Kjønaas Kjos

eller de vil ikke innse at de har et problem. Men når noen faktisk innser dette og ber om hjelp, synes jeg det er uakseptabelt at man må vente i to år. Stine Sofies Stiftelse, som fikk Alvheims ærespris på Fremskrittspartiets landsmøte i helgen, har i ti år jobbet utrettelig for å bedre barns rettssikkerhet og for å gi dem en barndom uten overgrep. I dag får vi altså vite at mangelen på bevilgninger medfører at personer som selv mener de er en fare for barn, ikke får hjelp. Det er ikke mangel på personell, men mangel på bevilgninger, får vi opplyst. Dette gjør meg sint, og det gjør meg redd. Jeg forventer at helseministeren sørger for at nødvendige bevilgninger blir gitt, slik at vi kan unngå overgrep i bøtter og spann, slik Thore Langfeldt uttrykte det. Seksuelle overgrep mot barn gir dem arr i sjelen som aldri blir borte. Det hadde vært fint om vi slapp å oppleve at helsepersonell oppdager overgrep mot barn, men interpellasjonen handler om at de gangene dette skjer, har de en plikt til å melde fra. Og det framgår av tilsynsmeldinger fra Statens helsetilsyn for 2009 at helsepersonell i for liten grad melder overgrep mot barn til barnevernet dette til tross for at helsepersonelloven § 33 gir helsepersonell meldeplikt. Det er i tilsynsmeldingen vist til at det hvert år i snitt dør ni personer under tre år som følge av mishandling eller omsorgssvikt av sine nærmeste. Det er et tankekors at slike alvorlige overgrep skjer mot uskyldige individer som er totalt forsvarsløse, og som helsepersonell har et selvstendig ansvar for å ivareta gjennom meldeplikten. Det er derfor skremmende å konstatere at Helsetilsynet antyder at dette bare er toppen av isfjellet. Like urovekkende er det at meldingen beskriver at helsepersonell som mottar det som kan minne om en tilståelse fra en overgriper, ikke melder dette, og at dette medfører at flere barn blir utsatt for overgrep. For dette har tilsynet gitt en advarsel til fire psykiatere og en sykepleier. Det er etter min oppfatning da på sin plass å stille spørsmål om hva som må til for at helsepersonell skal få kraftigere sanksjoner eller reaksjoner. Det vil være svært viktig at man i de tilfeller som Helsetilsynet avdekker, faktisk ilegger sanksjoner som understreker sakens alvor i større grad enn det som Som medlem av Billighetserstatningsutvalget, nå kalt Stortingets utvalg for rettferdsvederlag, har jeg vært med på å gi erstatning til barn som har blitt utsatt for overgrep og omsorgssvikt, og hvor det offentlige ikke gjorde sin plikt til å få dette stoppet, til tross for at man var kjent med problemstillingen. Søknadene går helt tilbake til 1940-tallet og gjelder helt fram til i dag. En eller annen gang må vi vel være i stand til å lære av våre tidligere feil og unnlatelser. I helse- og omsorgskomiteens møte med Statens helsetilsyn nylig uttrykte direktør Lars E. Hanssen bekymring over at man tilsynelatende ikke lærte av sine feil. Han sa at han i en spøkefull tone ofte sa at dersom dere absolutt må gjøre noen feil, så gjør noen som ikke tidligere er gjort. Og, la han til, egentlig trenger ikke dette å være en spøk, for sannheten er at alle feil som kan begås, er begått. Og dersom man skulle begå en feil som tidligere ikke er begått, er det faktisk ikke nye feil å finne. Mange kommuner har opprettet såkalte tverrfaglige team, hvor fagpersoner fra forskjellige miljøer møtes. Dersom disse teamene brukes på en god og riktig måte og involverer alle fagmiljøer som arbeider med barn, burde alle tilfeller av omsorgssvikt og overgrep mot barn blitt oppdaget på et tidlig stadium. Slik jeg ser det, er det flere fagmiljøer enn personer som arbeider innen helse, som unnlater å varsle. Derfor har vi behov for at fokuset utvides, og at det settes høyt opp på

Dette er så hjerteskjærende og så tragisk at man ikke kan fatte de lidelsene som ligger bak tallene. Det er egentlig tankevekkende at dette ikke preger politiske debatter, avisoverskrifter og nyhetssendinger i større grad, med tanke på hvor alvorlig dette er. Kanskje er disse sakene så vonde å forholde seg til at vi vegrer oss for å gå inn i dem, men det ubehaget vi føler, er ingenting mot de lidelsene som Derfor må vi gjøre alt vi kan for å unngå at dette skjer, både som medmennesker, som helsepersonell og som politikere. Barn er i utgangspunktet prisgitt sine omsorgspersoner. Når foreldre eller andre ikke ivaretar sitt ansvar for å gi omsorg, eller driver regelrett mishandling, er det et grunnleggende svik mot barnet. Når noen vet hva barn utsettes for, men ikke foretar seg noe, er det et nytt svik mot barnet. Vi har alle et moralsk ansvar for å melde fra når barn utsettes for omsorgssvikt eller mishandling, men helsepersonell står her i en særstilling, både juridisk og i kraft av sin kompetanse. De kommer oftere enn andre i kontakt med utsatte barn, de får ofte inngående kunnskap om deres livssituasjon. I tillegg har de en særlig kompetanse og et særlig ansvar for å bidra til å ivareta pasientenes helse i vid forstand. Tilsynsmeldingen fra 2009 refererer til en sak der fire psykiatere og én sykepleier unnlot å melde fra om at én av deres pasienter utsatte barn for overgrep, selv om pasienten selv hadde informert om at han begikk overgrepene. Dette førte også til at et nytt barn ble utsatt for misbruk. Helsepersonellet slapp unna med en advarsel og barna trolig med skader for livet. Helsetilsynet mener dette ikke er et enkelteksempel, men et uttrykk for en ukultur. Dette betyr at de systemene vi har etablert, ikke fungerer godt nok. Dette betyr også at vi som helsepolitikere må bidra til å rydde opp. I tillegg til de utmerkede forslagene som statsråden redegjorde for i sitt innlegg, som jeg synes er svært gode og som vi vil støtte, vil jeg be statsråden sørge for en kampanje for å lære opp helsepersonell til å vurdere tegn på omsorgssvikt i henhold til veiledere som er utarbeidet. Samtidig må det gis grundig informasjon om det betydelige ansvaret helsepersonell har, i henhold til informasjonsplikten. Det må gis klar beskjed om at det i disse sakene ikke er akseptabelt å se en annen vei og regne med at noen andre tar ansvar, å si at dette er ikke mitt bord eller å beskytte seg bak taushetsplikten. Vi må utfordre ledere på alle nivåer til å ta et ansvar for at helsepersonell ikke føyer seg inn i rekken av dem som sviktet et barn. Helsepersonell skal ikke vurdere behovet for tiltak, det skal barnevernet gjøre, men de må melde fra ved mistanke om omsorgssvikt og mishandling, slik at barnevernet kan vurdere situasjonen. Selv om helsepersonellets meldeplikt er avgjørende, er dette selvsagt ikke det eneste virkemiddelet for å beskytte barn mot omsorgssvikt og mishandling. Først og fremst er det foreldre og andre omsorgspersoner som har ansvaret for Vi må sørge for bedre hjelp til utsatte familier. Vi vet at barn av rusavhengige og psykisk syke er særlig sårbare, og vi må målrette den forebyggende innsatsen bedre i forhold til disse barna. Høyre har derfor gått inn for å styrke helsetjenesten og oppfølgingen av utsatte familier. Når foreldrene ikke gir barna forsvarlig omsorg, må vi ha et barnevern som kan gi et bedre tilbud enn i dag. Dette dreier seg om ressurser – det dreier seg om kompetanse og organisering. organisering. Jeg er enig med tidligere politisjef Finn Abrahamsen som har sagt at vi må ha et bedre barnevern, ikke bare foreldrevern. Det er dessverre veldig mange redde barn i Norge også, og

saken om Christoffer skal bli et vendepunkt med tanke på måten dette har blitt håndtert på i helsevesenet. Nå blir det faktisk reist sak i dette tilfellet. Også en annen sak fra Vestfold er jeg kjent med, der både helsepersonell og andre ansatte i skole- og omsorgssektoren har visst – de burde visst, burde sett og burde gjort noe. Jeg er veldig glad for interpellasjonen, for svaret som statsråden ga og for de tiltakene som nå settes i gang, for de er helt nødvendige. Det å kunne vite hva du skal se etter, og ikke minst å vite hva du skal gjøre og hvordan du skal gjøre det når du kommer i en sånn situasjon, Sjøl har jeg lang erfaring etter 17 år som barnehageassistent og kan jo ikke akkurat si at jeg er ukjent med tematikken. Problemet da var at når man sa fra til barnevernet, så skjedde det ingenting. Det eneste som skjedde, var at foreldrene mistet tilliten til barnehagen – som kanskje var det eneste stedet barnet var på i løpet av døgnet hvor det var eller at barnevernet ikke vurderte og så det samme som barnehagen så, og hadde ressurser til å følge opp. Ja, endog har jeg opplevd at fagfolk innen psykiatrien har sagt at de vil velge å gi ressurser til barn i familier der foreldrene er interessert og innstilt på et samarbeid, og ikke der foreldrene motsetter seg dette. Og det betyr jo at de aller mest utsatte barna er de som får hjelp sist.

barnevernet på alle nivåer, det var foreldre som var fosterforeldre, adoptivforeldre, det var endog foreldre som hadde opplevd at barna var blitt overtatt av barnevernet. Det de alle sammen sier, er at akilleshælen er det kommunale barnevernet, som er for dårlig bemannet. Antall saker har økt mye mer enn antall

Og der kan det lokale Barnevernet være ikke bare noen som kommer inn og overtar omsorgen, men absolutt det viktigste støttenettverket rundt familier og barn. Men det har man ikke nok ressurser til å følge opp. Det er også mange av de sakene der det ikke er grunnlag for omsorgsovertakelse, men der det som krever at man må legge inn noe mer ressurser for at foreldrene skal makte å ta imot dette. Det er veldig mange saker der det blir lagt inn meldinger også til barnevernet, som ikke blir fulgt opp. Det er vi faktisk nødt til å ta med største alvor, for – som sagt – min erfaring fra den tiden jeg jobbet i var at det var ganske katastrofalt de gangene saker ble tatt opp med barnevernet. Resultatet var ingen hjelp, og at tilliten mellom barnehagene og de få voksne som denne familien kanskje hadde, og særlig disse ungene, ble fullstendig brutt. Så her er det veldig mange områder å styrke, men det er uhyre viktig at vi vet det, for hvis vi ikke gjør det, kommer veldig mange av disse barna til å dra dette med seg resten av livet og få det svært vanskelig. Som mange andre har sagt før i debatten, er

samfunnet. Det er det vårt ansvar å gi. Derfor har vi soleklare reglar i vårt lovverk om at helsepersonell har plikt til å melda frå dersom dei har mistanke om slikt. Derfor har det òg kome på plass reglar om obligatorisk dødsstadsundersøking, slik at tilfelle der småbarn døyr plutseleg og uventa, blir granska, slik at årsaka kan bli avdekt. Så har vi fått eit nytt varsel om at rapporteringa om omsorgssvikt ikkje skjer som føresett – denne gongen i Helsetilsynets melding for 2009. Eg er glad for at Helsetilsynet har utpeika dette området som eit risikoområde. Det betyr at betringstiltak skal setjast i verk. Eg meiner vi må innsjå at reglane må klargjerast. Når så mange ikkje oppfyller rapporteringsplikta, kan det koma av at reglane er uklare på nokre punkt. Det kan òg ha si årsak i utvikling av ein slags ukultur på grunn av manglande bevisstgjering og opplæring av helsearbeidarer og dårleg fokusering på varslingsplikta frå leiinga si side. Så må ein òg vurdera om ein treng klarare vedtak om sanksjonar mot dei i helsevesenet som veit, men som ikkje rapporterer vidare. Eg trur det fungerer slik at underrapportering vil kunna reduserast eller forsvinna heilt dersom sanksjonane vart tydelegare og hardare. Det er Helsetilsynet som må sørgja for at alt helsepersonell tenkjer likt, at det er nulltoleranse for vaksne som påfører barn skade. Det må på arbeidsplassen klargjerast at all mistanke skal rapporterast. Det er vår jobb ta tak i regelverket, slik at det blir ei viktig leiaroppgåve å sørgja for at reglane om varsling blir følgde opp på ein måte som også skjermar varslarane. Helsetilsynet bør òg i denne saka sjå på si eiga rolle. Reagerer dei ofte nok og strengt nok når helsepersonell ikkje rapporterer? Det er positivt at representanten Geir-Ketil Hansen set denne saka på den politiske Statsråden sitt svar var også veldig bra. Dette arbeidet som no blir skissert, vil kunna føra til ei positiv utvikling i denne saka. At mishandling har fått halda fram sjølv om ein eller fleire tillitspersonar har hatt kunnskap, er ein urett overfor barn som dette samfunnet ikkje kan

at vi er obs på at de befinner seg i ulike sektorer, og at det krever samarbeid mellom både barnevern, helsetjeneste, barnehage, skole og politi for å få en god beskyttelse av barnet. Det er én sak som ikke er helt løst, som jeg ønsker å ta opp i dag. Det gjelder barn mellom null og tre år som dør uventet. De har faktisk dårligere rettssikkerhet enn alle andre. Statsråden var også inne på denne gruppen.

ordning. Dette er et paradoks når vi vet at ett av fem barn mellom null og tre år som dør uventet, enten dør av omsorgssvikt eller fordi det foreligger noe kriminelt. Det er et høyt tall. Foreldre som har gjort noe kriminelt, vil sannsynligvis ikke slippe inn et helseteam for å undersøke åstedet, mens andre, som absolutt ikke har gjort noe galt,

Når vi leser om barn som er mishandlet av sine foreldre eller andre, er det vondt å tenke på at bevis mot disse kan gå tapt fordi politiet ikke umiddelbart kunne undersøke åstedet. Håpet mitt er at dette nå kommer på plass. En annen sak, som også statsråden var inne på, er dette med tannhelsetjenesten, som egentlig er et område som i alle fall ikke jeg har i samme grad før, og jeg tror ikke vi i Norge har fokusert nok på det. Barneombudet har de siste årene fokusert på tannhelsetjenestens rolle ved omsorgssvikt og overgrep. Han fortjener honnør for det. Blant annet vises det til Skåne i Sverige, der tannhelsetjenestene har samarbeidet systematisk med barnevernet de siste årene. Dette har faktisk ført til at tallet på bekymringsmeldinger til barnevernet har økt betydelig. Tannhelsepersonell har en unik mulighet til å oppdage skader på barnet i munn og ansikt. De kan også vurdere hvordan barnet oppfører seg under behandlingen. Spesiell atferd kan gi grunn til mistanke om at barnet utsettes for overgrep. I samarbeid med barnevernet vil tannhelsepersonell kunne bidra til at overgrep mot barn oppdages, og at disse barna får hjelp. Vi vet at Barneombudet har vært i kontakt med Helse- og omsorgsdepartementet om både melderutiner og annet. Det var veldig kjekt at statsråden i dag ga en tilbakemelding også på dette området. Slik jeg har forstått det, vil statsråden følge dette opp på en god måte. Det er flott. Så har jeg til sist lyst til å nevne noe som Bondevik II-regjeringen satte i gang, og som Stoltenberg-regjeringen har fulgt opp, som har hatt enormt stor betydning for å fange opp barn som enten har vært utsatt for vold, eller som har vært vitne til vold. Barneprosjektet fra 2004, som ble drevet av Senter for Krisepsykologi i Bergen og Alternativ til Vold, bl.a. i Telemark, har vært et virkelig vellykket prosjekt for å gi hjelp til barn som enten bare har vært vitne til vold, men som har like store traumer, eller til barn som har vært utsatt for vold. Jeg har selv snakket med en del av de barna som fikk hjelp gjennom det prosjektet. En åtte år gammel gutt, som et lite eksempel, sa på skolen, når jeg skulket og når jeg slo læreren og dem som jeg gikk sammen med, var det aldri noen som spurte meg – verken på skolen eller i nabolaget – hvorfor jeg hadde forandret meg sånn. De skjønte ikke at det var fordi jeg hadde sett at mamma hadde blitt dengt opp gang på gang. Det er

glad for at Regjeringen har satt såpass stort fokus på barn og unge og prioritert levekår for disse såpass høyt som den har gjort. Det er gjort mye når det gjelder vold i nære relasjoner. Det er opprettet barnehus, som også statsråden var inne på i sitt innlegg, og rettssikkerheten til barn som pårørende på sykehus er styrket. Det er opprettet et nasjonalt og det er opprettet barneansvarlige ved mange avdelinger på sykehus. Men det er ikke nok for å møte de utfordringene vi hører om i denne interpellasjonen. Det kommunale barnevernet ble nevnt av representanten Karin Andersen, og jeg vil bare understreke behovet for at det Hvis en skal klare å lykkes med å hjelpe flere av disse barna, er det en forutsetning at det kommunale barnevernet får bedre rammevilkår. I Vest-Agder var det i 2000 127 årsverk, og i 2008 var det 133 årsverk. I samme periode fikk 758 flere barn hjelp, og det sier noe om at utviklingen i antall årsverk I samme periode fikk 758 flere barn hjelp, og det sier noe om at utviklingen i antall årsverk ikke står i forhold til antall barn som trenger hjelp. Så vil jeg gjøre meg noen refleksjoner i forhold til lokalpolitisk engasjement og tenking. Jeg har vært lokalpolitiker selv, og jeg har sittet i klient- og barnevernsutvalget. Mange kommuner har valgt å legge det ned,

Det er noe av det vi ser når lokalpolitikere f.eks. ikke har prioritert antall stillinger i barnevernet i tråd med den behovsøkningen som har vært. Jeg tror det henger sammen med at i mange kommuner er selve barnevernstjenesten en litt perifer tjeneste lokalpolitikere ofte ikke har god nok innsikt i. Derfor tror jeg at en må vurdere hvordan en kan skape større innsikt i barnevernstjenesten på lokalpolitisk nivå, legge til rette for en slik innsikt sentralt og peke på muligheter til å få bedre kunnskap i barnevernstjenesten. Når det gjelder meldeplikten, er jeg helt enig i det som er nevnt av mange her, at en må sette kunnskap på Men jeg tror ikke det bare er det som virker. Jeg er selv utdannet helsearbeider, og jeg vet at veldig mange har kunnskap – men det er noe med en kultur der den kunnskapen ikke blir etterspurt. En har ikke rammer rundt seg som gjør at det er de problemstillingene som mange ganger dukker opp når en har med den type barn å gjøre. Jeg tror barneansvarlige på sykehus kan være en viktig – hva skal jeg kalle det – fasilitator for å få satt barns behov på dagsordenen. Jeg vet at det i Kristiansand er et godt samarbeid mellom Sørlandet sykehus og Kristiansand kommune, der kommunen ønsker å etablere barnekontakter i alle sine avdelinger i kommunen. Jeg tror det kan være et veldig godt forankringspunkt, både for å spre kunnskap og for å peke på at man skal fokusere på barn i de forskjellige tjenestenivåene. Jeg er også veldig fornøyd med at vi i forbindelse med behandlingen av lov om sosiale tjenester i Nav, også fikk inn en formålsparagraf om at barn skal ha spesiell oppmerksomhet. Barna er vår framtid, og de fortjener å bli sett.

dag. Det er flott å se at det faktisk er tverrpolitisk enighet om dette. I forrige periode da jeg satt i justiskomiteen, hadde justiskomiteen et stort fokus på akkurat vold i nære relasjoner. Jeg vet også at dette har vært tverrpolitisk og at Regjeringen har jobbet veldig aktivt mot dette. Men ofte er det slik at det nesten er gått for langt når det kommer opp som justistema. Det er et kjempeviktig tema. Når barna våre blir sviktet, er de så svake. Når barn blir sviktet av sine nærmeste, og i Det er et kjempeviktig tema. Når barna våre blir sviktet, er de så svake. Når barn blir sviktet av sine nærmeste, og i tillegg blir sviktet av staten som skal gi dem den hjelpen og tryggheten de trenger, er dette forferdelig. Det er mange eksempler man kan dra fram. Man kan lese i avisen nesten hver eneste dag om barn som blir sviktet. Kanskje er det et tabubelagt

Jeg tror det er viktig at alle partiene uansett – og kommunepolitikerne spesielt som har en helt annen nærhet til barna – fokuserer på dette. Det er vår oppgave som politikere å påse at det er lover og regler som gjør at staten kan gripe inn der det trengs. Vi snakker om tverrpolitisk, tverretatlig, og statsråden var også inne på tverrfaglige team på sykehus. Men jeg tror man veldig ofte er nødt til å gå inn i temaet med tanke på at det er profesjoner. Dette starter mange ganger med at det er helsestasjoner som ser barna, det er kanskje i barnehagen, det er kanskje i skolen, og da er det viktig at alle snakker sammen, og at man ikke sitter med taushetsbelagte skott som kan gjøre at barna får hjelp altfor Det er gjort en del akkurat på det tverretatlige feltet, men jeg tror det er veldig viktig at vi fokuserer på det og gjør mer med det. Jeg sa at det har vært en urovekkende sterk økning i antall barnevernssaker i den siste tiden. Det kan godt være at det er på grunn av at Redd Barna har hatt et stort fokus på at man skal kunne gi beskjed, og at man skal kunne si ifra hvis man ser ting. Den økningen vi ser hos barnevernet, er på en måte veldig god, for den viser at folk gir beskjed, og at det kan komme flere saker. Men det som er tragisk, er at veldig mange av disse barna ikke får hjelp. I Vestfold fylke så vi for en tid tilbake at to kommuner ble dømt for å ha brutt barnevernsloven. Hvor mange kommuner er det ikke i resten av landet som hver eneste dag bryter barnevernsloven? Det er små kommuner med lite ressurser – kanskje med bare én ansatt i barnevernet, og mange kjenner hverandre. Statsråd Lysbakken har også sagt helt klart i et svarbrev til meg at han vet at hver dag er det kommuner som bryter barnevernsloven. Det er ikke holdbart. Det er litt spesielt, det må jeg få lov til å si, når flere representanter fra regjeringspartiene her bemerker og sier så klart at det er krise i det kommunale barnevernet. Det er positivt, for da er ikke opposisjonen alene. Dette har opposisjonen prøvd å si lenge nå. Bare for et par dager siden ble det sendt brev fra Bergen kommune og fra Stavanger kommune med skikkelig urovekkende bekymringsmeldinger om det kommunale barnevernet. Vi ser at samarbeidet mellom Bufetat og det kommunale barnevernet ikke er godt i det hele tatt. Bufetat er en stor koloss, og det at Bufetat i vest skal kutte over 100

et viktig spørsmål som det er viktig å løfte opp og holde fokus på i tiden framover. Jeg registrerte også at det er bred enighet om de tiltakene som statsråden har annonsert at hun vil sette i verk, og at hun har full støtte for det. Jeg skal ikke forlenge debatten noe mer, men jeg har bare lyst til å understreke helt til slutt at i det videre arbeidet med

har annonsert at man vil gjøre, nemlig å utarbeide både instrukser og veiledning til hvordan dette best mulig kan følges opp ute i organisasjonene, er det klart at lederne på de ulike nivåene har et betydelig ansvar for å legge til rette for at ansatte som er i behandlingssituasjoner, har muligheten til og rammer for at man kan varsle, og at man har trygghet for å gjøre det som man er pålagt å gjøre. gjøre. Så til slutt til det som representanten Karin Andersen og flere var inne på: Barnevernet slik som det er i dag i svært mange kommuner, fungerer ikke godt nok. De har ikke de nødvendige ressurser og den nødvendige kvalitet til å følge opp når man blir varslet. Det er selvfølgelig et ressursspørsmål, som til slutt Stortinget har det overordnede ansvaret for. Men disse tingene vil selvfølgelig nå bli fulgt opp. Som sagt, jeg takker for en veldig god debatt.

representanten Dåvøy sa, ikke vanskelig å få til enighet om tiltak for barn. Det kunne alle enes om, i hvert fall for de barna som er i en så vanskelig situasjon som det vi her egentlig snakker om. Først vil jeg svare Kari Kjønaas Kjos, som tok opp en alvorlig sak om hjelp til pedofile. vi gått gjennom hvilken hjelp det er til pedofile. Til pedofile finnes det ikke noe eget hjelpetilbud i helsetjenesten, men man må bruke det tilbudet som er. Det finnes midler til et lavterskeltilbud med psykologer i noen kommuner som har etablert et slikt tilbud. men man må bruke det tilbudet som er. Det finnes midler til et lavterskeltilbud med psykologer i noen kommuner som har etablert et slikt tilbud. Det er det penger til, så man kan søke. En sånn type lavterskeltilbud er et tilbud hvor man ikke trenger henvisning, og hvor man også har adgang til å bruke hjelpeapparatet helt umiddelbart. Det samme gjelder som ikke har ventelister, men som bare har snudd hele bunken og opererer uten ventelister. Så det er egentlig muligheter til å få hjelp. Det er vel mer et spørsmål om å vite om hvor hjelpen er. Så er det laget maler for kommunene når det gjelder å utvikle planer for kommunalt voldsarbeid som også omfatter overgrep. Det har vært satset mye på kompetanseoppbygging på vold- og traumeområdet. Som sagt, har vi satset på utbygging av voldsforebyggende tiltak, men vi har ikke sett spesielt på tilbudet til pedofile. Jeg vil derfor nå be vårt fagdirektorat vurdere hva som bør gjøres for videre forebygging av pedofile handlinger og hjelp til denne gruppen, og hvordan vi kan møte dem. Så har det Så har det som sagt vært mange gode innlegg, og Sonja Irene Sjøli sa at det ikke er akseptabelt å se en annen vei. Det er vi veldig enige om. Derfor er det viktig med opplæring, synliggjøring og plikt til å melde og rapportere. Når Karin Andersen forteller fra det virkelige liv om barnehagen som meldte fra til barnevernet, så er det trist når noen svikter i barnevernet. Men det er enda verre når et helt system svikter, for da svikter samfunnet. Til Laila Dåvøy vil jeg si at det tilbudet som starter opp 1. november, er et tilbud om dødsstedsundersøkelse fra helsepersonell. Det er et tilbud fra helsepersonell. Det er et tilbud og er sånn sett frivillig. Det vil gi oss mye kunnskap. Helsepersonell har selvfølgelig også plikt til å melde fra til politiet hvis det er noe det er grunn til å melde fra om, men i første omgang er dette tilbudet frivillig. Debatten i sak nr. 3 er avsluttet. Reglene om driveplikt ble endret 1. juli 2009. Driveplikten er nå varig og

Plikten gjelder uavhengig av når eiendommen ble overtatt, eller om eieren tidligere har oppfylt driveplikten. Den nye eieren har en frist på ett år til å bestemme seg for om han skal drive eiendommen selv, eller om arealet skal leies bort. Eiere som oppfyller driveplikten personlig, trenger ikke nødvendigvis å utføre arbeidet selv. Han kan leie hjelp, men må stå ansvarlig for driften. De byråkratiske utfordringene oppstår når eier ikke skal Jordbruksarealet må da leies bort for ti år av gangen. Det vil si at eierne til enhver tid må ha tiårige leieavtaler med dem som skal drive jorda for ham. Regjeringens begrunnelse for dette kravet er først og fremst at det vil gi forpakteren større forutsigbarhet. I tillegg forventer myndighetene at langsiktige avtaler fører til at jorda blir bedre drevet. Eierne har ikke adgang til å si opp avtalen i tiårsperioden. Det er bare den som leier jorda som kan si opp leieavtalen.

at de ikke vil fungere i praksis, og at de vil føre til et unødvendig byråkrati. Mange eiere vil få problemer med til enhver tid å ha tiårige avtaler for den jorda de leier ut. De må derfor søke fritak fra driveplikten. En stor del av leiejorda leies ut på kortsiktige kontrakter. Kommunene må belage seg på å innvilge mange søknader om fritak, noe som vil føre til en uthuling av loven og redusere respekten for Det paradoksale er at eiere som sørger for at jorda blir drevet og holdt i hevd, også må søke fritak fra driveplikten. De oppfyller ikke de formelle kravene, som f.eks. ti års leiekontrakter. De formelle kravene står også i motsetning til det statsråd Brekk for en stund siden uttalte til Nationen: «Jeg mener det er fullstendig likegyldig hvem som driver jorda, bare jorda er i aktiv drift.» Mange bønder vil vegre seg for å inngå Det er heller ikke alltid det passer for forpakteren å inngå langsiktige avtaler. Et par eksempler som illustrerer dette: Grønnsakbønder som driver med utstrakt vekstskifte, ønsker å inngå en kortsiktig avtale fra to til opp til maks fem år. Bønder som ønsker å trappe ned driften de siste årene før de skal selge gården, ønsker ikke å inngå leieavtaler som fører til at det kan gå mange år før sønnen eller datteren kan overta Derfor vil langsiktige avtaler som ikke kan sies opp av eieren, gjøre det mindre attraktivt å overta eiendommer. Kravet om langsiktige avtaler står derfor i kontrast til det statsråd Brekk skrev i kronikk, datert 21. august 2009, om at lovendringene skal gi større forutsigbarhet og raskere avgjørelser. Dette er lagt ut på departementets hjemmesider. Jeg siterer hva statsråd Brekk skriver der:

grøfte eller rydde kantsoner rundt innmarken. Den nye loven krever at driveren slår kantsonene, plukker floghavre, høster arealene årlig og ellers driver normalt. Hvis ikke bryter grunneieren driveplikten. Dermed kan solnedgangsbønder eller grunneiere som bare slår løvetannjordet sitt én gang i året, måtte gi fra seg arealet til fordel for proffbondenaboen. Norske bønder må få et enklere regelverk å forholde seg til og i større grad frigjøres fra offentlig styring. Arbeidet med å forenkle og modernisere jordbruket har stoppet helt opp med den rød-grønne regjeringen. Fremskrittspartiet mener at det er på tide at regjeringen Stoltenberg viser handlekraft og gir bøndene mulighet til selv å bestemme over hvordan de vil drive sin egen virksomhet. Jordbrukssjefen på Jæren uttalte til Nationen den 3. februar i

blir han jo driver, og må leie arealet i 10 år. Dette vil ikke fungere i praksis.» Dette kommer fra næringen selv. Nei, med de nye reglene om driveplikt har regjeringen Stoltenbergs, med statsråd Brekk i spissen, vilje til kontroll og styring slått ut i full blomst. Alle former for jordleie skal kontrolleres. De nye reglene er totalt unødvendige og formelle

statsråd, så

sammen med den lovbestemte driveplikten etter konsesjonsloven og odelsloven. Vanhevdsbestemmelsen innebar at kommunene kunne gripe inn dersom dyrket jord ble vanhevdet, mens den lovbestemte driveplikten da var begrenset til fem år og gjaldt kun ved erverv av eiendom fra nær slekt. Bestemmelser som pålegger eiere av landbrukseiendom å drive jorda, har altså eksistert lenge og er ikke et nytt virkemiddel. Det nye er at driveplikten er styrket ved at kommunen kan gripe inn på et tidligere tidspunkt, og at plikten favner bredere ved at den tar opp i seg alt jordbruksareal. Driveplikten etter den nye drivepliktbestemmelsen kan oppfylles ved at eieren driver jorda selv, eller ved at jorda leies ut. Dersom jorda leies ut, må det inngås en leiekontrakt på ti år for å gi jordleier et mer langsiktig og stabilt ressursgrunnlag å basere investeringene sine på. Jordleier vil da få et større incitament til å foreta investeringer, som f.eks. grøfting og oppgradering av jordveien for å ivareta kvaliteten i jordbruksarealet på en best mulig måte. Dette vil igjen selvsagt bidra til en mer effektiv produksjon av mat. I tillegg må det også framheves at jord som holdes i hevd, har en større verdi for eier enn jord som ikke holdes i hevd. Dette er entydig positivt, slik jeg ser det.

bortleie. Fritaksmuligheten er og skal være reell. Jeg mener at de grepene vi her har tatt, er helt nødvendige for å kunne opprettholde jordbruksproduksjonen i Norge og på den måten være med på å ta et ansvar globalt i forhold til de problemene verden står overfor knyttet til klima og matvaresikkerhet. Det er riktig at kommunenes oppgaver vil øke noe i forhold til i dag, i og med at kommunene skal vurdere og kontrollere om vilkårene for bortleie er oppfylt. Men det er ikke snakk om noe system med forhåndsgodkjenning av leiekontrakter. De kontrakter som inngås, skal sendes inn til kommunene, som på den måten har mulighet til å gå gjennom disse for å fange opp de tilfellene der kontraktene ikke oppfyller lovens regler. Som jeg også tidligere har uttalt i forbindelse med et spørretimespørsmål, er departementet godt i gang med å gå gjennom veiledningsmaterialet for kommunene for å sikre en effektiv og målrettet forvaltning. Jeg er opptatt av den private eiendomsretten og disposisjonsretten over denne, og samtidig er jeg opptatt av at jorda skal holdes i hevd. Det å eie en landbrukseiendom fører også med seg et ansvar overfor fellesskapet når det gjelder matvareproduksjon og det å opprettholde jordas produksjonsegenskaper for Matvareprodusenter har en rekke overføringsordninger gjennom jordbruksavtalesystemet. Da må det også kunne stilles krav om at jorda skal holdes i hevd. Etter mitt syn er «valgfrihet» – for å bruke det begrepet – et verdifullt utgangspunkt, men noen samfunnshensyn er viktigere. Matvaresikkerhet og framtidens matvaresituasjon er nødvendige og avgjørende hensyn å ta når det skal tas stilling til hvordan eiendomsressursene i dette landet skal utnyttes framover. Samtidig vil jeg understreke at jeg er opptatt av at lovverket skal være tilpasset dagens utfordringer. Representanten Trældal oppfatter landbrukslovgivningen som et byråkratisk regelverk for landbrukseiendommer, som svekker den private eiendomsretten. Jeg mener at landbrukslovgivningen bedre kan betegnes som et godt verktøy for å sikre matvareproduksjon og matvaresikkerhet gjennom et nøye avveid samspill mellom ønsket om den private eiendomsretts disposisjonsfrihet og samfunnets behov for trygg og tilstrekkelig mat. Jeg takker statsråden for svaret, selv om jeg ikke er helt fornøyd med

ham om. Det er: Hva vil Regjeringen gjøre for å gi bonden som selvstendig næringsdrivende et bedre vern og et mindre byråkrati? Det fikk jeg ikke svar på. Jeg håper jeg kan få svar på det til slutt. Så er det slik at næringen selv sier at man ikke er i stand til å følge opp kontrollen, at man ikke er i stand til å følge opp fritakssøknadene, fordi det medfører altfor mye jobb med de ressursene man har.

det en privatperson gjør i en avtale. Jeg vil si at det strider mot alle prinsipper som jeg mener vi har i Norge. Det synes jeg er noe av det verste med denne loven, at den strider mot alt det vi personlig står for, rettferdighet, og at den enkelte mann ikke har rett til privat å vurdere selv hvilken avtale som er best. Jeg tror, med all respekt, at den enkelte menige mann og den enkelte menige mann og kvinne i dette landet er bedre i stand til å finne ut hvilken avtale de skal inngå, enn Regjeringen. Presidenten er faktisk i tvil om uttrykket «et overgrep fra det offentlige» i forbindelse med landbrukspolitikken er parlamentarisk, men overlater til statsråden å kommentere det. Jeg har

Det er viktig å understreke at da vi gjorde de nåværende endringene i driveplikten som vi diskuterer, ble det gjennomført en rekke endringer også i konsesjonsloven og odelsloven. I de endringene lå det betydelige forenklinger. Færre eiendommer ble omfattet av konsesjonsplikt, boplikt og odelsrett. Reglene om boplikt ble dessuten forenklet, slik at de har blitt lettere tilgjengelig og et mer målrettet virkemiddel for kommunene i arbeidet for å sikre bosetting og gårdsbruk. Så utgangspunktet for den endringen i eiendomslovgivningen som ble gjort i fjor, var også forenkling. forenkling. I tillegg har jeg nylig sendt ut et nytt rundskriv om priskontroll etter konsesjonsloven, der det er bestemt at priskontroll skal unnlates dersom kjøpesummen for bebygd landbrukseiendom er under 1,5 mill. kr. Den nedre grensen for når det skal gjennomføres priskontroll, er dermed økt til det dobbelte. Det innebærer at mindre eiendommer, hvor boligfunksjonen er mer framtredende enn næringsaspektet, kan bli prissatt nærmere markedsverdi. Alle disse endringene som jeg nå har nevnt, er hovedsakelig en oppmyking av regelverket, ikke en innstramming. Når det gjelder den nye driveplikten, er vi i gang med en revisjon av rundskrivet om driveplikt, basert på den tiden som er gått siden bestemmelsen trådte i kraft, og de tilbakemeldinger vi i etterkant har fått, knyttet til praktisering av bestemmelsen som vi diskuterer i dag. dag. Det er riktig som representanten Trældal nevner, at spørsmålet om vekstskifte kan nevnes som et eksempel på et område der vi har blitt spurt om nærmere retningslinjer som kan lette kommunenes behandling av disse sakene. Vi jobber med å finne en løsning som ivaretar de målsettinger som ligger bak bak driveplikten, men som samtidig tar hensyn til behovet for fleksibilitet i forhold til tiårsregelen, som foreligger for dem som er avhengig av vekstskifte. Så i den sammenheng er vi opptatt av å følge opp og finne de løsningene som Trældal Så vil jeg også understreke at driveplikten er en nødvendighet sett i forhold til de utfordringer vi står overfor, og driveplikten kan heller ikke anses å være unødvendig innskrenkende i forhold til den private eiendomsretten. Vi vet at landbruksarealer er en begrenset ressurs både i Norge og i resten av verden. Å eie landbruksarealer må derfor også innebære visse plikter, og tatt i betrakting de overføringsordningene som eksisterer i forhold til landbruket i Norge, er det ikke urimelig å pålegge eiere en slik driveplikt som Regjeringen nå har gjort. Vi er vel etter hvert blitt vant til Fremskrittspartiets svartmaling av situasjonen i dette landet, og

på interpellasjonen, så jeg har ikke så mye å tilføye. Men når landets nest største parti fronter en slik virkelighetsoppfatning, er det nødvendig at det blir tatt til motmæle. Jeg har en helt annen virkelighetsoppfatning enn den representanten Trældal forfekter. En av grunnene til det er kanskje at jeg har noen år bak meg som aktiv og at jeg fortsatt bor på denne garden. Så dette er et liv jeg har kjent på kroppen. Men så må det selvsagt ikke stikkes under stol at det er utfordringer i landbruket. Jamt over er det for dårlig inntjening. Bonden står slik sett overfor store utfordringer. Det gjør vi også, som lovgivere og som premissleverandører i forhold til hvilket inntektsnivå det kan være mulig å oppnå. Jeg vil si at den norske bonden er godt kvalifisert til jobben sin. Mange, svært mange bønder nedlegger en enorm arbeidsinnsats, som det står stor respekt av, ofte med for dårlig økonomisk uttelling. Det er det ingen tvil om. Og en utfordring som bør vies spesiell oppmerksomhet i landbruksmeldingen, gjelder den kommende generasjonen bønder, nemlig å få til en utdanning på alle som matcher de utfordringene og kravene framtidens bonde møter. Så til arealbruken. 3 pst. av landarealet vårt er dyrkajord. Vi har lite å gå på. De arealene som er best egnet for jordbruk, er dyrket. Matproduksjon er viktig av beredskapshensyn og for å få fram til forbrukerne fersk mat av trygg og god kvalitet. Det internasjonale samfunn forutsetter at landene i så stor grad som mulig tilrettelegger for å dekke egne behov for mat. Hos oss har vi en selvforsyningsgrad på ca. 50 pst. Jeg tror ikke det er i landets interesse at den reduseres. Jeg betrakter derfor dyrkajorda som en viktig nasjonal ressurs som må tas Jeg husker at da vi fant oljen i Nordsjøen, skaffet framsynte politikere oss en nasjonal politikk som sikret at en rimelig del av inntektene kom fellesskapet til gode. Ikke mange i Norge i dag er uenig i at det var klok politikk, og vi har høstet internasjonal heder for det. Slik er det etter min mening med en viktig nasjonal ressurs som dyrkajorda også. Vi må ha et nasjonalt lovverk som verner om den, samtidig som det bør og skal være en samtidig som det bør og skal være en lokal/regional frihet til innenfor visse rammer å finne de lokale tilpasningene som må til for å sikre at lovverket ikke fungerer for stivbent i forhold til ulike situasjoner og behov ulike steder i landet. Og dette behøver selvfølgelig ikke å være enkle saker. Dette er spenningsfeltet mellom sentral handlingsrom. På det området tror jeg vi må leve med at like behov kan vektlegges ulikt, slik at man kan få forskjellige konklusjoner. Det må vi i et demokratisk samfunn som vårt være i stand til å håndtere på en ordentlig måte. Etter mitt syn er det viktig at vi har en landbrukspolitikk som stiller krav til at jorda blir forvaltet på en god måte, der bondens forvalteransvar blir tillagt vekt. Kanskje aller viktigst er det å utfordre bondens kreativitet og skaperkraft på en positiv måte, slik at ressursene han rår over, blir utnyttet optimalt innenfor de nasjonale rammene som

Optimisme betyr noe positivt, at man har tro på det man gjør og produserer. Optimisme gir lyst til å satse videre, utvikle, investere og gjør ikke minst at man er stolt av sitt yrke. Blant norske bønder, i hvert fall svært mange av dem jeg har jevnlig kontakt med, eller som en eller annen gang tar kontakt, er ikke alle like positive. Det er mange grunner til det, men et byråkratisk regelverk, og at man ikke selv får disponere sin egen gård, går ofte igjen. Tvilen på om man har lyst til å fortsette som bonde, går igjen hos mange. Ca. halvparten av landets ordførere har undertegnet opprop som krever at den rød-grønne regjeringen tar et krafttak nå. I den rød-grønne regjeringen sitter Senterpartiet, og statsråden kommer også fra Senterpartiet. Tallenes tale er også helt tydelig. I 2000 var det 64 774 bønder, i 2009 var det 46 513. De siste fire år med en rød-grønn regjering har det blitt 4 419 færre gårdsbruk. I samme periode har det blitt 141 000 dekar mindre dyrket areal. Det står også ca. 35 000 tomme gårdsbruk. Det meste av jorda drives, men husene står tomme, og bygninger forfaller. Vedlikeholdsetterslepet øker fra dag til dag. Samtidig vet man at ca. 400 000 nordmenn ønsker å kjøpe et gårdsbruk, men ikke får anledning til det, bl.a. på grunn av et byråkrati hvor det sies at kjøpesummen skal godkjennes av myndighetene. Gårdens pris skal dette selv om kjøper og selger har blitt enige om en pris, og uavhengig av om den nye kjøperen har en kanskje bedre måte enn tidligere eier å øke inntektene på gården på. På grunn av dette står altså så mange som 35 000 gårder tomme. Det er synd, og det er en tap-tap-situasjon for alle, også for myndighetene. For Fremskrittspartiet er det ikke merkelig at innbyggertallet i enkelte distrikter hele tiden blir lavere, samt at de som bor der, blir eldre og eldre. Fremskrittspartiet har en annerledes landbrukspolitikk, en landbrukspolitikk som er basert på den utviklingen som skjer ute i samfunnet. Fremskrittspartiet ønsker færrest mulig reguleringer og bestemmelser. Uansett tidligere regjeringer, både borgerlige og sosialistiske, har vi hatt en negativ trend i sysselsetting, antall gårdsbruk etc. i Norge. Det må bety at skal norsk landbruk overleve, må man tenke mer i Fremskrittspartiets retning. Fremskrittspartiet er i ferd med å sette ned et landbrukspolitisk utvalg som har som mål å bidra til at norsk landbruk også om noen år er oppegående. En god landbrukspolitikk er også god distriktspolitikk. Dagens og morgendagens bønder er forskjellige fra gårsdagens bønder. Man vil ha mer fritid, bedre økonomi og en forutsigbarhet, og ikke minst en frihet til når man selv ønsker det, å produsere det man ønsker. man selv ønsker det, å produsere det man ønsker. Man ønsker frihet til f.eks. å leie bort eller selge deler av eiendommen, lage en campingplass eller drive med turisme ved siden av. Mulighetene er mange på flere av våre ofte praktfulle gårder. Derfor må vi gi driftige, nytenkende bønder mulighet til å drive. Med Fremskrittspartiet vil mulighetene være der. Det er

både når det gjelder næringsfrihet og disposisjonsrett over egen eiendom. De særnorske reglene som i dag gjelder for landbrukseiendommer, bidrar uten tvil til å gjøre norske bønder fattigere, samtidig som investerings- og risikoevnen i næringen reduseres betydelig.

Etter at delingsforbudet i jordloven ble innført, har mange bygder opplevd fraflytting, og stadig færre har i dag sine inntekter fra landbruket. Til grunn for en regel om delingsforbud ligger en forutsetning om at det er samfunnet som er nærmest til å ta stilling til hva som er den samfunnsmessig mest tjenlige bruken av en eiendom. Dette av en eiendom. Dette er en premiss Høyre ikke er enig i. Vi vil igjen framheve at 40 pst. av jordbruksarealet i dag er leid og drives av en annen bonde enn den som eier arealet. I dag går struktureringen av jordbruket med større driftsenheter og færre bønder sin naturlige gang, mens eiendomsstrukturen opprettholdes. Det er en utvikling som Høyre misliker sterkt, fører våre aktive bønder inn i en tilværelse som leilendinger. Høyre har gang på gang vist til at norsk landbruk trenger armslag og bolyst framfor detaljregulering og overstyring. Vi mener at odelsretten medfører betydelig usikkerhet for både kjøper og selger av landbrukseiendommer, og har derfor gjentatte ganger fremmet forslag i Stortinget om endringer i at det må foretas en gjennomgang av odelsrettens betydning for omsetning av landbrukseiendommer. Jeg har med glede merket meg at landbruks- og matministeren et stykke på vei har lyttet til Høyre og hevet grensen til det dobbelte for når det kreves prisvurdering ved salg av landbrukseiendom, og at maksimal boligverdi tredobles. Jeg registrerer også at statsråd Brekk i den anledning uttalte følgende: «Endringene bidrar til at vi får et enklere regelverk for prisvurdering. Jeg vet også at mange nordmenn har en drøm om å få kjøpe seg et bruk. Håpet er at disse endringene skal gjøre det mulig å øke omsetningen av landbrukseiendommer slik at flere kan få realisert denne drømmen.» Dette er et viktig, men svært lite steg i riktig retning, for ser vi på Landbruks- og matdepartementets egen argumentasjon, og tar den på alvor, burde de oppheve hele priskontrollen, som demper omsetningen slik at stadig flere landbrukseiendommer blir stående tomme og til forfall, til tross for at unge mennesker med stor interesse for å drive landbruk ikke får en slik mulighet grunnet dagens rigide lovverk. Det er sterkt beklagelig at statsråden ikke ser behovet for å gjøre ytterligere forenklinger slik at bonden får større rettigheter over egen eiendom. Jeg må nesten spørre meg om det virkelig er i tråd med Senterpartiets sjel. Jeg vil i den anledning komme med et sitat fra Nationen 2. oktober 2008, der Ola Borten Moe sa følgende: «Jeg kunne fokusert på det byråkratiet som må holdes i ånde på skattebetalernes penger for å forvalte dette, men nøyer meg igrunnen med å konstatere at dette etter mitt skjønn er skadelig for næringa og et grovt overgrep mot enkeltmenneskets Jeg registrerer at Senterpartiet har gitt Høyre rett et stykke på vei, og har derfor et håp om at Regjeringen vil legge bort gamle, stivbente absolutter, til landbrukets beste. Det er beste. Det er positivt at representanten Trældal gir oss eit nytt høve til å diskutere norsk landbrukspolitikk. Landbruket er ei viktig næring og eit sentralt element i arbeidet for å sikre levande bygder her i landet. I ei verd der mange svelt, har vi plikt til å ta vare på evna til å produsere mat. Vi må ta vare på den dyrka jorda som tidlegare generasjonar har dyrka opp og halde i hevd. Eit aktivt landbruk er også grunnsteinen i eit konkret arbeid for å ta vare på levande bygder og leggje grunnlag for andre næringar i distrikta. Det dyrka arealet utgjer ein liten prosentdel av landet vårt. Derfor er det viktig for samfunnet at det blir halde i hevd for å sikre matvareproduksjonen og bidra til verdiskaping og levande bygder. For å oppnå dette får næringa støtte over statsbudsjettet. Denne samarbeidsmodellen er viktig for landbruket og for busetjinga i distrikta. For ei tid sidan var eg på møte med leiaren i Bondelaget i mitt heimfylke. Ho fekk eit spørsmål om det ikkje var problem med alle reguleringane i landbruket. Svaret ho gav, trur eg mange av oss kan leggje seg på hjartet. Ho sa: kvar enkelt av oss på lang sikt.» Representanten Bredvold er oppteken av at vi skal ha færrast mogleg reguleringar i landbruket. Eg er redd for at det lett kan bli færrast mogleg bønder i landbruket. Norsk landbruk vil ikkje overleve med Framstegspartiets marknadsliberalistiske landbrukspolitikk. Derfor er det viktig å vidareføre samarbeidet mellom bøndene og staten. Og eit samarbeid inneber både plikter og fordelar. Det er det som skaper eit livskraftig landbruk og levande

Det Fremskrittspartiet ikke liker å snakke om, er rettighetene som medfølger pliktene. I Senterpartiet mener vi at ved å innfri pliktene dine, så har du også rett til å kreve rettighetene dine. Det viktigste her er rett til å få levert det du produserer. Hvordan Fremskrittspartiet har tenkt å løse dette i sin omstillingspolitikk, snakker de ingenting om. I Senterpartiet mener vi at den som eier jord, også har en klar forpliktelse til å utnytte arealene til jordbruksproduksjon. Jord må holdes i hevd, dyrkes og høstes. Gode avlinger krever også større investeringer, som f.eks. grøfting. Er det da så urimelig at en som leier jord av en annen, kan få et mer langsiktig og stabilt ressursgrunnlag å basere investeringene sine på? Norsk jordbruk er – og vil bli – et småskala landbruk i europeisk målestokk. Store deler av landet har en topografi som ikke gjør det mulig med For å opprettholde driften på disse arealene er det avgjørende med differensierte virkemidler som sikrer lønnsomhet også på mindre driftsenheter. Landbruket har en avgjørende rolle for å sikre bosetting og verdiskaping i hele landet. Samtidig er utnyttelse av hele landet en forutsetning for at landbruket skal kunne oppfylle produksjonsmål på en miljøvennlig måte. Landbruk er en viktig lokaliseringsfaktor for et bredt spekter av Trældal framstiller problemet som at matprodusentene fratas makt. Representanten Trældal kunne trenge et kurs i planteproduksjon. Jord som ikke er i bruk, produserer ikke mat. Derfor er det nødvendig å ta noen grep for å sikre matproduksjon på areal som står i fare for å brakklegges. Norge som egen nasjon må ha som mål å være mest mulig selvforsynt med mat, og i dag importerer vi om lag halvparten av og i dag importerer vi om lag halvparten av den maten vi forbruker, som Arne L. Haugen var inne på. Egen matproduksjon i Norge må økes, og da må vi ta i bruk alt av tilgjengelig jordbruksareal. Det var derfor viktig med endringer på dette området, for å sikre de som ønsker å drive jordbruk, en forutsigbar framtid og gi grunnlag for et tryggere leieforhold. Dette er særlig viktig i områder av landet der I Senterpartiet er vi også opptatt av å ha et system som er administrativt håndterbart. Sett i sammenheng med resten av endringene som er gjort i andre deler av regleverket for landbrukseiendommer, mener vi at eiendomsretten fortsatt står sterkt i norsk landbruk. Det er videre slik at økonomien i landbruket er av vesentlig betydning for å holde jorda i hevd, og Senterpartiet mener det derfor er viktig å styrke de grasbaserte

Folkeparti vil derfor støtte tiltak som begrenser omdisponering av jordressursene våre. Ved endring av jordloven i 2009 ble det innført varig driveplikt for alle eiere av jordbruksarealer. Hensikten med innstrammingen var å sikre jordbruksarealer til matproduksjon, og det trenger vi. Befolkningen på jorden vil øke til 9 milliarder i 2050, noe som øker behovet for jordbruksarealer med Dette må også vi i Norge også ta inn over oss. Derfor er det viktig at dyrket mark opprettholdes og drives på en forsvarlig måte. Interpellanten fra Fremskrittspartiet påstår at eiendomsretten i landbruket har en svak stilling og spør om Regjeringen vil myke opp i det byråkratiske regelverket for landbrukseiendommer. Kristelig Folkeparti er ikke enig i Fremskrittspartiets påstand, og mener at dette må ses i lys av et helt sentralt mål i norsk landbrukspolitikk, nemlig at det skal bo folk rundt om på gårdene i hele landet, og at jorda skal dyrkes. Kristelig Folkeparti er bekymret over fraflyttingen fra gårdsbruk. Det er riktignok stor variasjon mellom de ulike landsdelene. Relativt mange er bosatt på gårder i sentrale jordbrukskommuner i Mjøsområdet, rundt Oslofjorden, på Jæren og i Trøndelag, mens det er mange landbrukseiendommer uten fast bosetting i Nord-Norge og i mindre sentrale jordbrukskommuner. Bo- og driveplikt hindrer at det åpner seg et marked for at landbrukseiendommer blir store fritidseiendommer for kapitalsterke investorer som bare blir boende i kortere perioder, i ferier o.l. Det er ikke dette Kristelig Folkeparti oppfatter som en framtidsrettet landbrukspolitikk med levende En undersøkelse fra 2008 slår fast at boplikt gir mer stabil bosetting. Ni av ti søker aldri om fritak fra boplikten, og blant disse er det over 90 pst. sjanse for at de bor på gården i over 40 år etter innflytting. Har

og de bør være i aktiv drift. Det er ikke tvil om at boplikten faktisk virker prisdempende. Hadde ikke det vært tilfellet, hadde det vel heller ikke vært så mye politisk støy om denne saken. Samtidig er det uheldig at praksis varierer fra kommune til kommune. Skal og det bør den – må ordningen praktiseres rimelig likt, og den må praktiseres med fornuft. Her har landbruksministeren en utfordring ved å sørge for at boplikten bidrar til å opprettholde bosettingen rundt om i hele landet. Et annet viktig tiltak for å sikre bosetting på gårdene i distriktene er å føre en politikk som gir bøndene gode og forutsigbare rammevilkår. I disse spørsmålene stiller Kristelig Folkeparti seg bak

Her er inntektsutviklingen til bøndene helt sentral. Fjerning av boplikt eller andre tiltak som vil gjøre landbruksvirksomhet og bosetting mer usikker, er det siste norske bygder trenger akkurat nå. Kristelig Folkeparti vil gjøre sitt for at landbruket får så gode og forutsigbare vilkår som mulig, og for at landbrukspolitikken er mest mulig i tråd med de signalene vi får fra landbrukets organisasjoner og fra folk på bygdene.

på den andre sida Framstegspartiet med sitt rop om å sleppa bonden fri. Eg har hatt mange møte og besøkt mange gardsbruk både før og etter at eg kom i næringskomiteen, og eg har enno til gode å møta ein bonde som føler at han er i ei tvangstrøye, og som meiner at det å ha jord, ikkje skal medføra både plikter og rettar. Så til dei påståtte innstrammingane. ta to eksempel. Det at priskontroll skal unnlatast dersom kjøpesummen for bebygd landbrukseigedom er under 1,5 mill. kr, er ei dobling i forhold til før. Vedteken lovendring slik at færre eigedommar er omfatta av konsesjonsplikt, buplikt og odelsrett, er eit anna døme. Ja, er dette innstrammingar eller oppmjuking? Det Det må spørjast om interpellanten har som mål å halda oppe jordbruksproduksjonen i heile landet, og om vi i Noreg skal vera med og ta vårt ansvar globalt for dei problema verda står overfor knytte til klima og matvaresikkerheit. Eller skal alt styrast av Etter mitt syn er matvaresikkerheit og framtidas matvareproduksjon heilt nødvendige og avgjerande omsyn som vi må ta med oss når vi tek omsyn til korleis eigedomsressursane i landet vert nytta. Kva vil så skje i Noreg med jordbrukseigedommane dersom vi tek vekk driveplikta, som vert framstilt som ei form for tvangstrøye? Dette handlar faktisk om korleis vi vil at Noreg skal sjå ut i framtida. Eg støttar fullt ut landbruksministeren sine betraktningar i svarinnlegget til interpellanten. Eg vil nok ein gong påpeika at denne debatten til fulle viser skilnaden mellom Framstegspartiet – åleine på den eine sida med sine lettvinne løysingar, der det er einsindig fokusering på grunneigar sin rett – og Regjeringa si heilskapstilnærming til beste for fellesskapen. Framstegspartiet vil erstatta fellesskapen og storsamfunnet sine verdiar med individets rett til sjølv einsidig

Då er eg samd i at både buplikt og priskontroll er gode verkemiddel som vi må byggja vidare på. Eit døme: Dersom dei unge som skal overta, skal konkurrera på pris med eigarar som berre skal bruka eigedommen til fritidsformål, vert det ikkje mange att som har økonomiske musklar til å kunna fortsetja med gardsdrift. Og kva med pressområda, der svært mange landbrukseigedomar vil ha ein alternativ verdi i marknaden langt utover det som er avkastninga på garden?

og då vert Framstegspartiet sin feilslåtte landbrukspolitikk fort avslørt. I tillegg veit vi at jordas befolkning vil auka i framtida, og då vil det vera heilt feil medisin å føra ein politikk som fører til at matjorda vert lagd brakk. Norsk og

lovfestet. Det gjelder for landbruket, og saken i dag gjelder eiendomsretten og eiendomspliktene for jordbruk, altså bruk av jord. Driveplikten, i § 8 i jordloven, tydeliggjør eierens forvalteransvar og erstatter konsesjons- og odelslovens tidligere drivepliktbestemmelser. I Landbruksdepartementets rundskriv, M-3/2009, Driveplikten etter jordloven, av 26. juni 2009 heter det, under punkt 2, formålet med driveplikten – behovet for endringer: «De nye bestemmelsene innebærer at driveplikten er en personlig og varig plikt som ikke er knyttet opp mot ervervet av en eiendom.» I jordlovens § 8, driveplikt, heter det: «Jordbruksareal skal drivast. Ny eigar må innan eitt år ta stilling til om om han eller ho vil drive eigedomen sjølv eller leige bort jordbruksarealet etter føresegnene i andre ledd.» Videre i § 8 følger ledd med krav om at driveplikt ved bortleie krever ti års skriftlig leieavtale. Jordloven og jordleie er svært omfattende. Jordleien omfatter flere millioner dekar. I dag eksisterer det mange titusen privatrettslige avtaler mellom den som leier jord og den som eier jord. Avtalen er muntlig eller skriftlig. Det er viktig å få større forutsigbarhet, ikke minst for den som leier, altså den som er gårdbruker. Utfordringen er da å kombinere større forutsigbarhet med det som er administrativt mulig å gjennomføre – og da er vi ved dagens interpellasjon.

I tillegg til dette bør myndighetene bruke drivepliktskravet overfor de eiere som ikke sjøl eller ved jordleie sikrer at jorda blir brukt, altså jordeiernes jord blir vanhevda. I de tilfeller bør krav til ti års skriftlig jordleieavtale mellom jordeier og jordbruker vurderes som et naturlig krav. Dette er spesielt viktig i Det er der utfordringene er størst. Det er der de største arealene ikke blir brukt. Vi skal være klar over at uansett lovregulering er det økonomien i næringa, som flere har vært inne på, som avgjør om arealene blir brukt. Siden de arealene som er ute av bruk, først og fremst er grasarealer, er det dermed økonomien i bruk av gras i husdyrproduksjonen som må forbedres, der man altså kombinerer økonomi og lovverk. Ved en revurdering av rundskrivet, basert på de to endringene som jeg nå har skissert, vil en bedre kunne kombinere forutsigbarheten for dem som bruker jorda, og det som administrativt er mulig å gjennomføre. Det viktigste ved en slik vurdering og endring er at det har brei støtte i næringa.

forskriften omfatte titusenvis av kontrakter, muntlige og skriftlige, og det innebærer en situasjon som flere synes er urimelig. En må starte et sted – og starte med det viktigste først. Det er en tilråding fra min side. Jeg vil takke interpellanten. Det er godt at det er noen som

jordbruk, og det er skogbruk. Jordbruk er en subsidiert næring, det vet vi alle. Skogbruk er en eksportrettet næring, det er en lønnsom næring, den får knapt nok en krone over statsbudsjettet – og den skal ikke ha noe heller. Men man må innse at man kan ikke skjære disse to næringene over samme kam. Jeg hørte bl.a. representanten Holmelid snakke om at restriksjonene i landbruket forsvares ved at man får overføringer over statsbudsjettet. Man skal sikre livsgrunnlaget for alle. Og representanten Nordahl snakket om at arealenes beskaffenhet er slik at stordriftsfordelene ikke kan brukes i Norge. Det er rene, skjære meningsløsheter i forhold til skogbruk. Næringskomiteen på Stortinget bør i hvert fall være klar over at jord og skog er to vidt forskjellige næringer. Og så litt til selve utfordringen. Fraflytting er en stor utfordring for Distrikts-Norge, også for landbruket. Men selve hovedutfordringen i den problematikken er jo produktivitetsvekst. Jeg tror at selv de rød-grønne er enige i at landets areal er rimelig konstant. Vårt landbruksareal er også rimelig konstant. Det øker litte grann, for bonden er flink han. Når produktivitetsveksten er meget stor, og er konstant over tid, og når gården da skal holdes konstant i størrelse, så finnes det ikke veldig mange andre måter å ta ut den produktivitetsveksten på enn at gården kan sysselsette færre timer i året. Når gården sysselsetter færre timer i året, blir det etter hvert meningsløst bare å være på Så enten leier du da jord, eller så tar du deg jobb ute. Det tredje alternativet er at alle sulter i hjel, og det er det vi ser i dag. Så det må jo gå an å begynne å ta inn over seg noen realiteter i debatten. Og så litt tilbake til skog, for skog får ikke de samme gjenytelsene over statsbudsjettet. Man får ingenting igjen fra samfunnet for å bli pålagt de samme restriksjonene som et sterkt subsidiert jordbruk, og det er det snart på tide at vi tar en debatt om. Jeg har tatt den debatten med landbruksministeren før, og jeg kan tenke meg å spørre her i dag også. Er det ikke snart grunnlag for å begynne å ta inn over seg at skog faktisk ikke har de samme overføringene som jordbruket, at skog har mange muligheter, at skog er helt avhengig av å få en endring i eiendomsstrukturen i landet for å kunne utnytte sitt potensial, og at skog er ganske viktig for Distrikts-Norge, og det går ikke an å låse den fast i det regimet vi har i dag. Det vil jeg spørre landbruksministeren om: Hva er det som rettferdiggjør at skog skal underlegges akkurat de samme restriksjonene

det ikke ville være noe landbruk igjen hvis Fremskrittspartiets politikk ble ført. Om så skulle være – når vi vet at vi er det eneste landet av alle OECD-land i Europa som driver landbruk på denne måten – så ville det jo ikke være en eneste gård, en eneste ku, igjen i hele Europa hvis deres politikk eller deres meninger skulle slå igjennom der. Så til Lundteigen: Jeg synes Lundteigen hadde et meget godt innlegg med god substans. Jeg registrerer også at han er delvis enig med meg, og helt på kant med sin egen statsråd, så det er veldig godt at det finnes substans i Senterpartiet også. Så litt til Haugen: Jeg registrerer at Haugen også er på kollisjonskurs med en av sine egne partirepresentanter, Martin Kolberg, som uttalte på mandag at det var noe feil med

i Nationen 3. februar: «Endringene i jordloven er overflødige og vil gi et veldig arbeidskrevende og byråkratisk kontrollregime . Det har vi ikke kapasitet til . 10 år er ikke en fornuftig leietid. Folk vil trolig kreve mer for jorda om de må leie ut så lenge . Og jeg vil se den kommune som går inn og leier ut jorda mot eierens vilje. Grønnsakprodusentene, som er avhengig av jordskifte, vil også slite med 10-årskontrakter . Og om noen vil leie et innmarksbeite, blir han jo driver, og må leie Dette vil ikke fungere i praksis.» Han sier: Dette vil ikke fungere i praksis. Man burde kanskje prate litt med dem som har fagkompetanse, og komme litt ut av de tykke rommene på Stortinget. Det kan hjelpe av og til. Så til statsråd Brekk. Jeg har én kommentar til ham. Vi har altså 400 000 personer som ønsker å overta et

eiendomsretten. For som flere av talerne her i dag har understreket, så er landbruksarealene en begrenset ressurs både i Norge og i resten av verden, og derfor må det å eie landbruksarealer også innebære visse plikter. Tatt i betraktning de ordningene vi har når det gjelder overføringer til landbruket i Norge, er det ikke urimelig å pålegge eierne en slik driveplikt som Regjeringen nå har gjort. Og med de oppmykningene som samtidig er gjort i andre deler av regelverket for landbrukseiendommer, er det totalt sett ingen vesentlig innskrenking av eiendomsretten som har skjedd. Jeg har også understreket at vi nå gjennomgår rundskrivet om driveplikt, retningslinjer for kommunal praktisering bl.a. ved vekstskifte. Det er klart at vi har et ønske og et mål om å lette den kommunale behandling som ligger i

Så vil jeg bare understreke litt dette med delingsforbudet, som Røbekk Nørve tar opp. Hun sier at delingsforbudet hindrer gjennomføring av salg av tilleggsjord og fører til en øking av leiejordsandelen. For meg er det viktig å peke på at landbrukseiendommenes verdi ligger i utnyttelsesmulighetene til næring. I alminnelighet sikres verdiskaping og levende bygder best ved en samlet utnytting av eiendommen, og jeg mener at delingsforbudet i jordloven er en viktig forutsetning for å få til dette. Bestemmelsen hindrer fradeling av areal og andre ressurser som er viktig for å opprettholde driften av bruket. Slik loven er utformet, kan det etter søknad og etter en konkret vurdering gis delingssamtykke. Dette er en fleksibel løsning som sikrer at delingssamtykke kan gis når samfunnshensyn, som f.eks. bosetting eller hensynet til gode driftsløsninger i jordbruket, foreligger.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

Siden det ikke er saksordfører i denne saken, vil presidenten foreslå at rekkefølgen på talerne følger partienes størrelse i Stortinget. – Det anses også vedtatt. Konsekvensene av utbruddet av vulkanen under Eyjafjalljökull på Island er langt mer omfattende enn det en

Det er imidlertid liten grunn til å trekke representantenes engasjement for flyselskapene i tvil. Men når jeg leser begrunnelsen for forslaget, finner jeg en sammenblanding av en rekke gamle – og etter min mening dårlige – forslag fra Fremskrittspartiet og en repetering av den samme gamle leksa om å kutte skatter og avgifter. Det skinner tydelig gjennom at dette er mer Representantene angriper til og med småflyplassene og den solidariske ordningen med at de store flyplassene finansierer de små, i et forslag om midlertidig fritak for landingsavgifter. Jeg er engasjert i konsekvensene av vulkanutbruddet og askeskyen, men vil se det i et langt videre perspektiv enn det som ligger i dette hastige forslaget. De første dagene var hotellene fulle av askefaste flypassasjerer. Nå er hotellene tomme fordi folk ikke tør å reise enten fordi de er usikre på om de kommer hjem igjen, eller fordi de er blitt usikre på tryggheten i lufta. Hvor lang tid vil det ta før aktiviteten er oppe på gammelt nivå? Hva slags ringvirkninger har dette? Er aktiviteten i næringslivet generelt påvirket av dette Hva har inntektstapet til Avinor vært, og hva ville de ha tapt dersom dette forslaget hadde blitt vedtatt? Det er mange spørsmål, og forslaget gir ikke svaret – i beste fall bare på en bitte liten del av spørsmålet. Flybransjen er en global bransje og det er viktig at vi ser på hvordan EU håndterer situasjonen. Det er ikke nok å se til Sverige, som har en flybransje og en flytrafikk som skiller seg vesentlig fra Norge. Vi må altså vurdere situasjonen grundigere og bredere enn det forslagsstillerne vil, og dette kan jeg forsikre om at både Arbeiderpartiet og Regjeringen vil gjøre. På denne bakgrunn kan ikke Arbeiderpartiet støtte representantforslaget fra

flyplasser som ikke går med overskudd. Flyforbudet over store deler av Europa har fått dramatiske konsekvenser for flytrafikken, og har satt både reisende og flyselskapene i en svært vanskelig situasjon. Som vi alle vet, var deler av flybransjen allerede i en økonomisk utsatt situasjon etter finanskrisen. Det er heller ikke slik at det kun er flyselskapene dette får betydning for, også reiselivsnæringer og andre næringer er blitt påført økonomiske skader. En svekket økonomisk situasjon for flyselskapene vil ikke bare ramme selskapene, men vil også få stor betydning for driften av Avinor og driften av 46 andre lufthavner. Dette vil fort kunne gå ut over dagens kryssfinansieringsmodell, og i tillegg har vi også driften av Rygge, Torp og Stord, som står på utsiden av Avinorsystemet. Vulkanutbruddet på Island har vist at Norge er sårbart overfor slike naturhendelser, og at norsk og skandinavisk beredskap for målinger av aske og partikler ikke er tilstrekkelig til å fange opp nasjonale beredskapsbehov. Det forslaget Fremskrittspartiet her legger fram, foreslår å fjerne landingsavgiften for flyselskapene og kompensere det økonomiske tapet i perioden det har vært flyforbud, gjennom å frita flyselskapene for flyplassavgifter i en periode. Dette må gjelde for alle fly som flyr i Norge. SAS, Norwegian og andre selskaper har tapt i størrelsesorden rundt eller over 500 mill. kr, og er rammet av forhold de selv ikke er herre over eller kan forutse – helt særegne forhold, Fremskrittspartiet mener Regjeringen må rydde opp gjennom økonomiske kompensasjoner og fjerning av flyplassavgifter for å kompensere tapet til selskapene i den perioden luftrommet har vært stengt. Dette er viktig, og det er ikke at vi faktisk gir en hjelpende hånd, slik at vi i framtiden kan opprettholde eksisterende konkurranse innen flyfart blant selskapene. For ingen vil vel tilbake til monopolselskaper og dobbelt så høye billettpriser. Hva gjør andre land? EU har uttalt at alle medlemslandene kan gi nødhjelp til flyselskapene. Alle i denne sal er kjent med terrorangrepet mot USA den 11. september 2001, der 3 000 mennesker ble drept av terrorister. Denne hendelsen rammet den globale flytrafikken i mange år. Det som er mindre kjent, er at amerikanske myndigheter valgte å kompensere flyselskapene for de tre dagene luftrommet over USA var stengt, med 5 milliarder dollar, eller nærmere 30 milliarder kr, noe bl.a. British Airways nøt godt av. Flyselskapene har i denne saken blitt rammet av særlige forhold og restriksjoner ingen kunne forutse. Da er det slik Fremskrittspartiet ser det, naturlig at Norge legger seg på en linje som Amerika gjorde i 2001, gjennom å kompensere for tapte inntekter. Det store paradokset ved den inntrufne situasjonen er at Norsk Flygerforbund har uttalt at de reisende i Norge har for gode rettigheter, og viser til alternativer når flyene ikke går. Jeg vet ikke om Norsk Flygerforbund har forstått at kundene eller flypassasjerene faktisk er grunnlaget for de ansatte og eksistensen til fagforeningen. Her har vi altså et forbund som flere ganger har ropt om at staten må redde mens de på den andre siden vil frata passasjerene rettigheter. Med respekt å melde er flyselskapene til for kundene, og ikke motsatt. Til slutt: Flyselskapene er utrolig viktige for å holde hjulene i gang i vårt samfunn, både relatert til den daglige driften av AS Norge, og relatert til de reisendes interesser. Jeg fremmer herved Fremskrittspartiets forslag.

Vi har diskutert dette forslaget i vår gruppe og kommet til at det vil være relativt uoversiktlig på denne måten og uten en bredere saksforberedelse å gi én spesiell gruppe en støtteordning over statsbudsjettet, så vi vil ikke støtte det forslaget som her er lagt fram. Skal vi ta forslagsstillerne på ordet, vil vi i neste omgang også få et finansieringsbehov overfor Avinor, så det er mange ting det kunne være grunnlag for å diskutere bredere i denne saken. Vi skjønner forslagets gode hensikt, men vi syns det er et altfor dårlig grunnlag å ta en slik beslutning på. Jeg vil også peke på, og det skyldes selvfølgelig at vi ikke har hatt tid til å behandle det, den smule motsetning som ligger i saken om sådan, og det som står i forslaget. forslaget. I saken står det at man refererer til et spesifikt flyselskap, og man sier at man her vil ha fritak for landingsavgifter i en periode, mens i forslaget står det at det fremmes forslag om et midlertidig fritak for landingsavgifter ved norske flyplasser så lenge man har en uavklart situasjon knyttet til flyrestriksjoner. Det er ikke samme sak. Det er jo slik at hvis man ønsker å kompensere for bortfallet av en inntekt ved at man gir fritak for landingsavgifter i ettertid, er det én sak. Men å gi fritak for landingsavgifter i perioden hvor ting er uavklart, er noe helt annet. Paradokset i det er jo at i den perioden betaler man jo heller ikke landingsavgift, for da lander man ikke. Så den kompensasjonsordningen man her lanserer, burde vært med i forslaget til vedtak. Alt i alt syns vi at dette er for upresist og

blant næringsaktører som følge av vulkanutbruddet, har vi den forventning at Regjeringen kommer med et opplegg for det i revidert nasjonalbudsjett, og da vil vi vurdere det når det skjer. Det er

oskesituasjonen, som vi kallar det. Så vil eg berre i parentes nemne at eg kanskje synest samanlikninga med 11. september 2001 ikkje bør vere med vidare i debatten. Det er positivt at det er oppmerksemd rundt det, men vi vil likevel ikkje støtte forslaget. Det er dels fordi vi vurderer det som eit lite gjennomarbeidd og gjennomtenkt forslag, dels fordi vi synest det er upresist. Og eg kan ikkje forstå at det harmoniserer og tek inn over seg dei andre løysingane, som andre land no ser på i denne situasjonen. Men det er òg fordi vi ikkje har det fulle biletet av situasjonen enno, og då er det ikkje naturleg å ta endeleg stilling til det no. Vi veit ikkje sikkert om det vil skape problem for luftfarten. Og sjølv om det no skulle vere slik at oskeproblema er over, må vi alle fall føresetje at vi har det fulle kostnadsbiletet både for luftfartsnæringa og andre næringar før vi set i verk eventuelle tiltak. Eg synest det som er naturleg no, er at ein får det fulle biletet av

før, men det er nå etablert som begrep. Askekrisen, hvis vi kan definere det som det, har ført til en debatt om offentlige støttetiltak i en rekke land. Både våre skandinaviske naboer og øvrige europeiske naboer diskuterer det. Norge er et land som er veldig avhengig av flytrafikk, og Senterpartiet mener at det er viktig at vi sikrer flytilbudet også i rundt omkring i det ganske land. Askekrisen har som sagt vist at vi får store utfordringer når flyene står, enten det er for næringslivet eller for transport av pasienter fra hjemsted til sykehus og tilbake, og det er viktig at vi får sett konsekvensene for det øvrige næringslivet, Senterpartiet vil følge ettervirkningene av askekrisen nøye, og er det behov for å foreslå tiltak, vil vi komme tilbake til det på et senere tidspunkt. Jeg synes ikke dette Dokument 8-forslaget tar inn over seg alle sidene ved de utfordringene vi har sett knyttet til aske fra vulkanutbruddet på Island.

tidlegare talarar meiner eg at det er veldig greitt å få ein runde på den situasjonen me har, også i stortingssalen. Det har vore ein krevjande situasjon for mange som er råka, og særleg for flybransjen. Eg er einig i den oppsummeringa som representantane Bjørnflaten og Halleraker har gitt av situasjonen. Ja, det er ein krevjande situasjon som må følgjast nøye. nøye. Eg har òg lagt merke til at Regjeringa har hatt ein tett dialog med EU. Nettopp med denne typen problemstillingar må det vere eit samsvar mellom det Noreg gjer, og det andre europeiske land gjer. Det er fordi dette er ein konkurransesituasjon. Me har òg eit statsstøtteregelverk som me må sjå det i høve til. Eg er einig med representanten Sjelmo Nordås, som peiker på den særlege utfordringa Noreg har fordi me er eit land som er avhengig av å ha ein god flytransport. Den svenske regjeringa har teke grep, og eg reknar med at den norske regjeringa vurderer den typen grep. Eg kjenner ikkje i detalj dei grepa som den svenske regjeringa har teke, men dei har vore knytte til likviditet. Når representanten Bjørnflaten seier at Arbeidarpartiet og Regjeringa vil vurdere situasjonen nøye og følgje han, tolkar eg det som at Regjeringa vil følgje denne situasjonen nøye og eventuelt komme tilbake til Stortinget dersom dei ser det nødvendig. Kristeleg Folkeparti kjem ikkje til å støtte dette forslaget, men eg håper at statsråden kan bekrefte at dette er noko som Regjeringa vil følgje nøye, og eventuelt, dersom ein meiner det er nødvendig, komme til Stortinget med tiltak.

Når all lufttransport stoppar opp, slik vi har opplevd det den siste tida, rammar det det norske samfunnet på heilt vesentlege område. Takk vere stor innsats frå ei lang rekkje aktørar og det faktum at krisa førebels har glidd over, har vi klart å avgrensa skadeverknadene. Mest kritisk var nok situasjonen for helsevesenet, som er avhengig av lufttransport i Ser vi på det økonomiske, ser det ut som det i fyrste omgang er luftfartsnæringa sjølv som er sterkast råka, ved at flyselskapa har måtta kansellera flygingar og ta hand om såkalla oskefaste passasjerar. For perioden 15.–21. april har SAS rapportert eit nettotap på rundt 380 mill. norske kroner. Talet gjeld heile konsernet og omfattar òg verksemd i Noreg,

Avinor, som forvaltar mesteparten av infrastrukturen for luftfarten i Noreg, har tapt pengar på krisa. Som forvaltar av den statlege eigarskapen i Avinor følgjer eg utviklinga i selskapet tett. Oskekrisa har ført til ein debatt om offentlege støttetiltak i fleire land. Vi har fått signal om at EU-kommisjonen ville kunngjera retningsliner for statleg støtte som følgje av krisa i dag. Slike retningsliner har så langt ikkje men EU-kommisjonen har stadfesta at dei arbeider med dette spørsmålet. Eg har ikkje fått informasjon om at det fram til no er sett i verk konkrete tiltak i Danmark, men Transportministeriet har etablert ei arbeidsgruppe med flyselskapa som følgje av krisa. I Sverige har styresmaktene, som eit strakstiltak, vedteke at betalingsfristen for tenester frå luftfartsverksemda til Transportstyrelsen, tilsvarande våre gebyr til Luftfartstilsynet, skal utvidast frå 30 til 90 dagar. Ei tilsvarande ordning er òg innførd for avgifta som finansierer tryggleikskontrollen av passasjerar og bagasje. Styresmaktene i Sverige har vidare opplyst næringa om ei eksisterande ordning der selskap kan søkja om å få utsetjing på å betala skattar og avgifter til det offentlege. Eg forstår at bakgrunnen for desse tiltaka er at fleire flyselskap i Sverige før

kjenner vi enno ikkje alle kostnadene for luftfartsnæringa av den krisa som vi no har vore igjennom. Regjeringa følgjer difor situasjonen nøye. Vi vil koma attende til Stortinget med forslag om eventuelle tiltak, om vi vurderer det som nødvendig. Regjeringa er oppteken av at næringslivet, medrekna flyselskapa, skal ha konkurransedyktige rammevilkår. I den samanhengen er det nødvendig å følgja utviklinga i andre land tett og òg vurdera dei varsla retningslinene frå EU-kommisjonen nøye. Luftfartsavgiftene til Avinor er elles eit viktig verkemiddel for styresmaktene, og vi vil vurdera nivået på desse avgiftene nøye i Forslaget frå Framstegspartiet er, som fleire har vore inne på, i prinsippet upresist. Om vi skulle vurdera forslag til tiltak, måtte vi i tilfelle vurdera fleire. Så eg er glad for å registrera at det forslaget som ligg føre i dag, ser ut til å bli avvist. Det blir replikkordskifte. Statsråden har helt rett når hun slår fast at det ikke er

partene. Vi trenger å få på plass en forutsigbarhet for flyselskapene, som ved flere utbrudd og stans i flygingen fort kan havne i en situasjon med både permitteringer og oppsigelser – og gå en veldig usikker framtid i møte. Derfor er det viktig å gi for økonomi og forutsigbarhet på en sådan måte at de selskapene som vi har i dag, ivaretas på en god måte. Kan statsråden love å komme til Stortinget på egnet måte med dette? Det er for det fyrste slik at vi ikkje heilt kjenner omfanget av dei meirbelastingane som flyselskapa måtte ha hatt,

land, inklusiv det som EU no har varsla. Så høyrer eg at Framstegspartiet no er oppteke av permitteringar osv. Men eg registrerte at i ei sak nyleg som galdt emisjon for å ta vare på SAS, dei tilsette der og den betydinga det selskapet har, ynskte ikkje Framstegspartiet å stilla opp.

Dokument 8:119 S for 2009–2010 handler om mye mer enn om noen avgifter. Det handler også om hvordan staten raskt kan snu seg rundt for å redde arbeidsplasser der man helt uforskyldt har blitt rammet av en krise, i dette tilfellet et vulkanutbrudd i et av våre naboland. Ingen kunne ha forutsett dette og gjort sine forberedelser. En annen gang kan det være en annen type katastrofe som rammer en gruppe personer eller selskaper. I dette tilfellet er det bl.a. flybransjen som uskyldig er blitt skadelidende. En svekket økonomisk situasjon for flyselskapene vil ramme passasjerene, ansatte og ikke minst flyplassene. Fremskrittspartiet mener at istedenfor eventuelle støttepakker, som det har vært litt snakk om, vil det være mye mer fornuftig med målrettede skatte- og avgiftsreduksjoner. Staten har siden 2004 tatt ut nærmere 900 mill. kr i utbytte fra Avinor, noe som heller kunne ha vært brukt til å investere i flyplassene, bl.a. når det gjelder sikkerhet. Fremskrittspartiet har tidligere fremmet forslag om tilbakeføring av midler til Avinor. For Fremskrittspartiet er det fornuftig på det nåværende tidspunkt å gi fritak for landingsavgifter i en periode. Dette vil være med på å støtte alle,

Ord som «vulkanaske» og «askefast» har blitt en del av vårt hverdagsvokabular. Det er viktig å takke de menneskene i NSB og busselskapene og andre som har stått på for å få folk fram, mens flyene har måttet stå på bakken. Mitt inntrykk er at for de fleste av oss har dette gått veldig bra. Men for andre har vulkankrisen rammet langt mer alvorlig, både økonomisk og Når flyene ikke kan lette, rammes alt fra luftambulansen til hoteller, turistmål og forretningsreisende. Enkeltmennesket risikerer plutselig ikke å komme hjem til en fødsel, til et bryllup eller en begravelse. Økonomisk sett er det kanskje flyselskapene selv som har merket vulkankrisen mest. Jeg er enig i at det nå er viktig å følge de økonomiske konsekvensene av vulkankrisen nøye, men jeg mener likevel at forslaget om fritak for landingsavgifter i dag bør stemmes ned. For det første er forslaget ikke komitébehandlet. Spørsmålet blir da: Har Stortinget opplysninger som tilsier at flyselskapenes likviditet eller egenkapital er svekket på en slik måte at Stortinget skal vedta å sette i gang strakstiltak uten å ha vurdert ulike typer tiltak opp mot hverandre, uten å ha full oversikt over behovet og konsekvensene, og uten at departementet har fått anledning til å uttale seg eller behandle Jeg er ikke kjent med slike opplysninger. For det andre er det som kjent slik at landingsavgiftene ikke er som merverdiavgiften eller andre avgifter som går inn på statsbudsjettets inntektsside, og som kan brukes til forskjellige gode formål, som sykehus, miljø eller eldreomsorg. Landingsavgiftene går til Avinor og blir brukt til tiltak på flyplassene. Da bør man ha oversikt over hvilke konsekvenser det vil ha for Når det er sagt, vil jeg si at hvis det fremdeles kommer til å bli begrensninger for flytrafikken på grunn av vulkanasken eller hvis færre mennesker velger å fly, vil det på sikt få alvorlige følger, både for flyselskapene og for Avinor. Derfor mener jeg det er all grunn til å ta situasjonen på alvor og følge situasjonen nøye. Hvis Regjeringen mener det er behov for å gripe inn, er det full anledning til å komme tilbake til Stortinget med sine vurderinger og eventuelle forslag. Det mener jeg er den best egnede behandlingsformen og saklig sett en bedre måte å håndtere situasjonen på enn å vedta et hasteforslag i stortingssalen i dag. Først vil jeg si at man kan gjøre som

Problemet er at det kan bli slik at man snart ikke har noen fly som kan fly lenger, fordi selskapene har store problemer og store utfordringer med fortsatt å kunne få fly fordi de har store underskudd på bakgrunn av den situasjonen som har oppstått. Og så prøvde statsråden seg på en frekkis da hun sa at Fremskrittspartiet hadde vært opptatt av en emisjon i et visst det å gjøre noe med disse avgiftene og det å gå inn i en emisjon er at man ved en emisjon går direkte inn i et selskap. Det vi her snakker om, ville faktisk være til god hjelp for alle selskap som flyr på norske flyplasser. Det er jo hele poenget med dette forslaget. I motsetning til det å gå inn i ett selskap som staten er eier i, ønsker man faktisk å si at alle selskap som frekventerer i Norge, har den utfordringen. Når representanten Bjørnflaten sier at dette er ett av mange gamle fremskrittspartiforslag, vil jeg si at gamle forslag, hvis de er gode, gjerne kan gjentas mange ganger. Det er hele poenget. Dette er gode forslag, og det er forslag som selskapene sier de ønsker, nettopp fordi den situasjonen som har oppstått, har oppstått. Jeg synes det er alvorlig og bekymringsfullt at denne situasjonen, som statsråden sa, har at denne situasjonen, som statsråden sa, har kostet SAS 380 mill. kr og at for Norwegian er kostnaden ca. 100 mill. kr. Det bør være et varsko, og det viser den utfordringen som selskapene nå står overfor. Noen er opptatt av at dette er et dårlig forslag fordi man ikke lenger er i den samme situasjonen som vi var i. Nei, vi er ikke det akkurat nå, men da forslaget ble levert inn, var man i en situasjon der det var store utfordringer. utfordringer. Vi vet heller ikke når, eller om, det kommer et nytt vulkanutbrudd som gjør at vi kommer i den samme situasjonen som vi var i for kort tid siden. Da vil det være veldig bra om man fra statens og Regjeringens side har mulighet til faktisk å kunne sette i verk tiltak umiddelbart for å hindre at selskap går overende og at vi får store problemer med å få etablert selskaper på nytt igjen. Det er det dette handler om. sørge for at man fra Regjeringens side har verktøy når, og dersom, den samme situasjonen med problemer med aske skulle oppstå igjen. Derfor håper jeg at man får flertall for og støtte til dette forslaget fordi flyselskapene er veldig opptatt av dette og ønsker å få på plass en slik ordning. Presidenten vil bemerke at representanten beveger seg på grensen til hva som er kommentarer om Teigen og strutsen og frekkis fra statsråden. For øvrig har presidenten registrert at også det parlamentariske språket har fått nye ord som «askefast» og «askekrise». Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 5. Stortinget skal da votere over sakene på dagens kart. Under debatten er det

etablere en ordning med eldreombud.» Det voteres så over forslagene nr. 1–3 samt forslagene nr. 5–8, fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti. Under debatten er det satt fram i alt fem forslag. Det er forslagene nr. 1 og 2, fra Kari Kjønaas Kjos på vegne av Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti forslagene nr. 3–5, fra Kari Kjønaas Kjos på vegne av Fremskrittspartiet.

sakene nr. 3 og 4 foreligger det ikke noe voteringstema. Dette er en sak som ikke har vært til komitébehandling, og som er behandlet i henhold til § 28 c i forretningsordenen. Det skal nå voteres over forslaget som er fremmet i Representantforslag 119 S. Forslaget er tatt opp i debatten av representanten Jan-Henrik Fredriksen fra Fremskrittspartiet. Presidenten gjør oppmerksom på at det bare er Fremskrittspartiet som

Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.